Før Stortinget går til votering, vil representanten Rasmus Hansson få ordet til en stemmeforklaring.
vil anmode om at forslag nr. 22 i sak nr. 1 omgjøres til et oversendelsesforslag. Forslaget vil da lyde: «Det henstilles til regjeringen å utarbeide en plan med konkrete målsettinger for økt matproduksjon basert på norske ressurser. Målsettingene innarbeides i den nye Da skulle vi være klare til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt 25 forslag. Det er forslagene nr. 1–6, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet forslag nr. 7, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 8–21, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 22–24, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 25, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av seg selv

Det er kranglete anlegg i dag.

Jeg tror vi må smøre oss med litt tålmodighet. Det er bedre å bruke noe tid nå enn å belaste morgendagens timeplan.